La meg først få si til representanten Per Arne Olsen at å sammenlikne et eventuelt forslag om sykehusdirektorat med det som SV har foreslått når det gjelder sykehusorganisering, blir ikke riktig. Det er riktig at SV har vært kritisk til dagens foretaksorganisering, og at vi ønsker oss alternativer til det, men den sentraliseringen som etableringen av et direktorat vil bety, er vi imot. Jeg mener at erfaringen med tendensen til å etablere stadig flere direktorater i forvaltningen er negativ, og at vi i stedet bør se på mulighetene for å redusere omfanget av den måten å styre på. ser at ett av de mange forslagene som kommer fra representantene fra Fremskrittspartiet, er en strategi for avbyråkratisering av spesialisthelsetjenesten. Det er jeg enig i at vi trenger. Det er for mye unødvendig byråkrati i helsetjenestene våre i dag, og våre helsearbeidere bruker for mye tid på papirer, og dermed blir det i noen tilfeller for lite tid til pasientene. Likevel er jeg forundret over at Fremskrittspartiet konsentrerer sin kritikk når det gjelder byråkrati, kun om eksistensen av regionale helseforetak, og veldig sjelden berører det som kanskje er hovedgrunnen til at vi har for mye byråkrati, nemlig en for utbredt markedstenkning i deler av vårt helsevesen samt en vilje til politikere fra alle partier – å innføre stadig nye kontrolltiltak. Jeg tror at vi som politikere – på tvers av partiskillene – må tørre å utfordre hverandre på om utviklingen har gått for langt når det gjelder å stille krav til kontroll og kvalitet, som hver for seg er både legitime og forsvarlige, men som kanskje i sum gjør at den tiden våre flotte helsearbeidere må bruke på papirer, blir for stor. I vårt mediale samfunn ropes det alltid på konkrete tiltak i møte med et konkret problem, og jeg tror at både politikere og journalister har hatt litt for lett noen ganger til å ty til nye rapporteringer, tilsyn og byråkratiserende virkemidler i møte med slike problemer. Derfor er jeg veldig glad for at helseministeren tar tak i dette. Det settes nå i gang et arbeid, sammen med partene – fagforeningene og Spekter – for nettopp å se på hvordan omfanget av unødvendig byråkrati kan reduseres. På det punktet er det helt tydelig at regjeringen har en strategi for å løse det problemet representantene peker på. Samtidig synes jeg det er viktig å utfordre representantene tilbake, fordi den omfattende markedstenkningen som Fremskrittspartiet står for, ville føre til en betydelig økning av byråkratiet i helsetjenestene
I denne saka blir det fremma mange forslag, som til saman utgjer det som forslagsstillarane omtalar som «en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren». Mange av forslaga har gode intensjonar og er viktige, men dei fleste forslaga er likevel, slik eg ser det, enten varetatt i eksisterande eller ventande planar, meldingar eller budsjett, eller det er reell politisk ueinigheit om dei. Eg sluttar meg til statsråden sine vurderingar i sitt svarbrev til komiteen og støttar at forslaga blir lagde ved protokollen. Eg kan heller ikkje gå inn på alle forslaga i dette innlegget – til det er det for lite tid. Men eg vil omtala spesielt nokre få tema som eg meiner er veldig viktige. Forslagsstillarane er bekymra for ein praksis i helseføretaka som kan føra med seg ein fryktkultur blant helsepersonell, som i sin tur fører med seg auka risiko for uheldige hendingar. Dette er eit signal som vi skal ta på alvor. Eg er bekymra for akkurat dette fordi eg har merka meg mange eksempel på og fått mange tilbakemeldingar om varierande og uheldig praksis på dette feltet i nokre føretak. Det er derfor prisverdig at statsråden er så tydeleg på at det er blitt presisert i føretaksmøta med dei regionale helseføretaka at dei tilsette har rett til å komma med kritikk, også i det offentlege rom. sant demokrati føreset ei opplyst offentlegheit. Fagfolka sine bidrag til ordskiftet gir avgjerande folkeopplysning. I Grunnlova § 100 står det: «Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.» Og vidare: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.» Vi som folkevalde er altså forplikta til å sørgja for ytringsfridom for befolkninga og lytta til ulike synspunkt. Kloke politiske val blir gjorde av folkevalde i ein open kommunikasjon med fagfolk som veit kvar skoen trykkjer. Mangel på ein openheitskultur kan gå ut over pasienttryggleik og nødvendige forbetringar. Leiarane har ansvar for å sørgja for ein sunn grenseoppgang mellom lojalitetsplikt og

nokon. Eg meiner at når helseføretaka viser til kommunikasjonsstrategiar, etiske retningslinjer og eit lojalitetsomgrep som dei sjølve har definert, er ikkje dette særleg tungtvegande omsyn i ein ytringsfridomssamanheng. Ei doktoravhandling av Hogne Sataøen viser at talet på kommunikasjonstilsette i norske sjukehus er og at nesten alle kommunikasjonsdirektørane sit i føretaksleiinga. Føretaka er opptekne av omdømmet og omdømmebygginga si, naturleg nok. Ifølgje doktoravhandlinga gir akkurat det mindre rom for ei opplyst offentlegheit, med større konsentrasjon av makt til helsebyråkratiet. Men befolkninga fortener å bli opplyst av eit breitt spekter av dei det kjem ved, og ikkje berre gjennom leiinga. Vi må arbeida aktivt for å hindra ein helsepolitisk debatt med pålagd teieplikt, for dette går i siste instans ut over dei som helsestellet er til for, nemleg pasientane. Sidan helseføretaksmodellen blei innført, har det skjedd mykje positivt i spesialisthelsetenesta. Mange fleire får behandling, og sektoren er styrkt økonomisk. Men det er òg eit faktum at det er ei politisk ueinigheit om føretaksmodellen. I motsetning til forslagsstillarane, som no kritiserer dagens organisering av spesialisthelsetenesta, var Senterpartiet imot ei innføring av denne organiseringa. Vi er einige med opposisjonen når det gjeld forslaget om ein nasjonal sjukehusplan, men trass i alt var det den raud-grøne regjeringa som fremma den aller første nasjonale helseplanen, som vi i 2010 utvida til ein nasjonal helse-

Folkeparti mener at dagens inndeling i regionale helseforetak er et hinder for effektiv struktur, pasientflyt og kompetanseoverføring. Kristelig Folkeparti har lenge tatt til orde for å avvikle de regionale helseforetakene. Vi mener at dette vil føre til en forenkling og reduksjon av byråkratiet i helsetjenesten, slik at mer av ressursene kan gå direkte til pasientbehandling. Det overordnede ansvaret må departementet ha, gjerne gjennom eieravdelingen. Dette har vi sagt i mange år. Folkeparti er opptatt av å få en sterkere politisk styring av sykehusene både sentralt og lokalt. En avgjørende forutsetning er at departementets eierstyring vil føre til en forenkling sammenlignet med dagens system for styring av regionale helseforetak og helseforetak. Denne er basert på Det kan nok virke som om en avvikling av de regionale helseforetakene og samling av styringen av helseforetakene i Helse- og omsorgsdepartementet kan være et sentraliserende grep, men noe av hensikten med dette er nettopp å styrke den nasjonale politiske styringen av spesialisthelsetjenesten på et overordnet plan. Slik Kristelig Folkeparti tenker vil endringen vi ønsker, primært ha primært ha et desentraliserende preg. Lokale helseforetak vil få tydeliggjort ansvaret for å definere behov og utforme sine tjenester. En nærmere ansvarsdeling og oppgavedeling må selvsagt gjennomgås før en slik endring iverksettes. Men jeg mener at tiden er moden. De regionale helseforetakene har gjort sin jobb med strukturendringer, sammenslåinger kanskje jeg må si bortsett fra Helse Sør-Øst, der problemene ser ut til aldri å ta slutt. Riksrevisjonens nye rapport bekrefter dette til fulle. Det kan vel kanskje kalles full slakt av både mangel på utredninger, planlegging og gjennomføring. Helt fra 2010 har Kristelig Folkeparti satt søkelyset på omstillingen bl.a. i Helse Sør-Øst. Gang på gang har vi spurt om pasientsikkerheten er ivaretatt, om bemanningsplanen er god nok, og om planleggingen holder mål. Svarene fra regjeringen var de samme hver gang: Alt går bra. Vi har kontroll. Pasientsikkerheten er ikke i fare. Det er nesten fristende i dag å si: Hva sa vi? Vi skjønte at noe var galt. Nå skal jeg ikke legge all skyld på strukturen. Saken må nok ses nærmere på – det er nok mer enn én årsak til at Helse Sør-Øst ikke har kommet bedre i mål.

tiden het det at man var kommet i de beste hender når man var kommet til lege. Nå har vi gående en pasientsikkerhetskampanje som heter I trygge hender, og det synes jeg er veldig bra. Det trenger vi, vi er glade for det, og vi støtter fullt ut opp om det. Men også det overordnede ansvaret for at de hendene man som pasient blir behandlet av, er de beste eller i alle fall trygge, må til syvende og sist ligge hos Helse- og omsorgsdepartementet og statsråden. der kvalitet og pasientsikkerhet står i høysetet. For det gjelder å skape gode arbeidsforhold for helsepersonell, slik at de fungerer godt i jobben sin og kan gjøre sitt ytterste for å yte god pasientbehandling. IKT- løsninger og medisinsk utstyr må ikke minst være vedlikeholdt og i god og oppdatert stand, slik at man vet at det virker når man trenger det. Takk for en interessant debatt. Jeg tror det er Takk for en interessant debatt. Jeg tror det er den første av flere når det gjelder styringen av norske sykehus. Jeg vil også takke representanten Høie for nå å ha utdypet litt nærmere hvordan Høyre ser på styringen av sykehusene. Det var tydeligere om modell etter at man har snakket om høvdinger og indianere og ansiktsløse byråkrater – et begrep jeg for øvrig tar avstand fra. Jeg synes det er en uærbødig måte å omtale mennesker på som arbeider hardt i norsk helsevesen etter politisk instruks for å gjøre en god innsats. Ansvaret ligger hos statsråden, og de overordnede linjene ligger i denne sal. Vi ser nå tydeligere konturen av Høyre og Fremskrittspartiets modell – avvikling av de regionale helseforetakene og en alternativ tilnærming. Jeg vil få lov til å si at undersøkelsen om hva norsk sykehussystem leverer til pasienter, økt løftet behandlingsnivået til toppnivå i verdensklasse. Det gir inntrykk av en sektor som gjør god nytte for seg. Så er det riktig som representanten Olsen var inne på, at det alltid vil være fokus på enkeltsaker. Dem må vi være oppmerksomme på og forsøke å rette, men de må heller ikke ta overhånd. Jeg mener at dagens organisering sikrer noe viktig. La meg nevne fem forhold: For det første gjennomfører vi Stortingets vilje. Helseministeren har det politiske ansvaret, og vi har god og regionalt forankret politisk styring av et likeverdig helsetilbud over hele landet. Det er et mangfoldig land, og de kommer til å velge litt ulikt i ulike regioner. Det er klokt, og det er naturlig. Slik gjør vi på nesten alle andre områder av samfunnet. For det andre: Vi holder tritt med den teknologiske utviklingen og behandler flere pasienter gjennom både spesialisering og desentralisering av tilbudene, og kan stille dem til rådighet for alle. Det har vært en fantastisk strukturendring i løpet av disse årene. Jeg tror ikke som det ble sagt av representanten Dåvøy – at den strukturendringen er over. Jeg tror vi kommer til å leve i en kontinuerlig omstilling. Den byen jeg er valgt fra, kommer til å oppleve en befolkningsøkning noen sier vil tilsvare ett Molde hvert annet år i årene som kommer. Selvfølgelig må vi være i omstilling på sykehussektoren hele veien og forstå de lokale og regionale konsekvensene. Det tredje er det at vi har regional tilhørighet, folkevalgt forankring og kunnskap om regionale forhold. forhold. Det er viktig, for 90–95 pst. av et pasientforløp skjer innen regionen. Organisering i regioner bidrar til å bedre pasientforløpene innad i regionen gjennom god fordeling og arbeidsdeling mellom sykehusene. Det blir gjort tett på. For det fjerde har vi ikke minst fått orden i sykehusenes økonomi, med nytt rom for investering og nysatsinger – tenk på hvor vi var i 2005.

ned. Partiene har spurt meg om hva konsekvensen vil være i innsparinger. Da vil jeg si at det er én klar innsparing, og det er at styrene blir lagt ned. De vil ikke få mer å gjøre. Alle de øvrige oppgavene som gjøres i de regionale helseforetakene, mener jeg er av en slik karakter at de må løses. Da blir det – pluss/minus – 300 til i Helsedepartementet, og selv om det skulle lokaliseres et annet sted, betyr det sentralisering. Det betyr

og de endringene som skal gjennomføres. Når det gjelder forslaget om en nasjonal sykehusplan, vil jeg være litt mindre bombastisk: Jeg synes det har interessante elementer i seg. Jeg synes også at opplegget for at vi i denne sal kan ha diskusjoner om struktur og sykehusbehov, er et godt forslag, men jeg er ikke sikker på at det er riktig eller blir mer demokratisk av at vi skal ende opp med å avgjøre her hvor mange kirurger det skal være på en avdeling på et sykehus og den type spørsmål. Jeg tror faktisk at den tette regionale tilhørigheten er en bedre løsning, men dette får vi god anledning til å diskutere. OECD-tall peker på at utgiftene til administrasjon i det norske sykehusvesenet utgjør 0,8 pst. av utgiftene til helsetjenesten, mens snittet i OECD er 3 pst. Det gjelder kommuner, helseforetak og sentral forvaltning. Vi er altså ikke spesielt byråkratiske, vi er antakeligvis veldig lette i byråkrati. Jeg tror at denne løsningen er sentraliserende, og jeg tror dessverre den vil være byråkratiserende. Det blir replikkordskifte. La meg først få takke statsråden for at han stadig vekk påpeker det som er bra i norsk helsevesen, og

Det er jo det politikken handler om, og jeg tror faktisk det er det våre velgere der ute også etterspør. Ja, vi har en helt annen politikk på helsefeltet, og det er synliggjort ikke minst i denne saken og også i det budsjettet som akkurat er avgitt. Uten bare å påpeke det som går galt, har jeg lyst til – når vi ser korridorproblemene, problemene i IKT, gammelt stråleutstyr, ventelistesakene

Derfor må ansvaret i norsk helsevesen være mange steder. Jeg har som helseminister vært opptatt av å si at jeg skal støtte opp om dem som tar ansvar i den store ansvarskjeden som er helt ut til behandlingen av pasienten. Det jeg må sørge for, er at vi har overordnede retningslinjer, veiledere, budsjetter og prinsipper som gjør det mulig for det mennesket som møter pasienten, å gjøre en best mulig jobb. Det er det som motiverer meg. Jeg tror vi har hatt vi har hatt for mye oppmerksomhet borte fra det. Vi må ha oppmerksomheten over på det jeg kaller mellomlederne: de som gjør klart til operasjon, organiserer operasjonsstuen, de som får akuttmottaket til å fungere – alle disse stedene hvor vi virkelig treffes av kvalitet. Vi må fokusere på pasientsikkerhet, ventelister osv., med krav og forventninger fra meg. På den måten tar jeg ansvar.

at mesteparten av ressursene skulle desentraliseres til HF-ene. Men spørsmålet vil være knyttet til at vi nå har fått en riksrevisjonsrapport som er veldig tydelig kritisk til Helse Sør-Østs eiers oppfølging av hovedstadsprosessen. Mitt spørsmål til statsråden er: På hvilken måte bidro Helse Sør-Øst positivt med tanke på dem som var satt til å gjennomføre fusjonen på Oslo Universitetssykehus?

Riksrevisjonen har påpekt en del forhold som jeg tar på det største alvor, men jeg må få bemerke i denne sal at Riksrevisjonen ikke er malen på sannhet. Helsedepartementet og en rekke aktører har gjort vurderinger og observasjoner i dette forløpet som peker på sider av evalueringen som man kan være kritisk til. Ansvaret for gjennomføring og planlegging av en slik omstilling ligger i HF-et. Det lå og ligger ved Oslo Universitetssykehus’ helseforetak.

i helsesektoren gjennom f.eks. å legge ned de regionale helseforetakene? Til det siste først: Jeg sier at modellen ikke er målet, den er middelet. Jeg ser ikke den som hugget i stein. Derfor sier jeg at jeg faktisk synes representanten Høie sier interessante ting rundt en sykehusplan, som jeg vil ta til meg. Vi er åpne for å justere og lære underveis. Jeg er ikke helt enig i premissene i spørsmålet. Det at vi nå har gått ned fra sykehus, er ikke slutten på strukturdiskusjonen i helsevesenet. For det blir faktisk kanskje mer komplekst i et samarbeid mellom spesialiserte sykehus og desentraliserte helsetilbud – som kan ta unna ting vi ikke trenger å komme på et sykehus for. For å få det samspillet til å fungere – med kommunene, med spesialisthelsetjenesten – trengs det en koordinerende kraft, og jeg tror den må være regional. Når det gjelder byråkrati, mener jeg at representanten Lysbakken har satt et veldig viktig fokus på det, mener jeg at representanten Lysbakken har satt et veldig viktig fokus på det, og jeg har fulgt opp med å si at regler vi ikke trenger, må vi ta vekk. Dobbeltrapportering som er plundrete, må vi ta vekk, og vi må få bedre rapporteringsrutiner. Men regler er jo kommet av en eller annen grunn, og derfor er det også grunn til å gå kritisk igjennom dem og se på om de ikke faktisk tjener sin hensikt. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Vi har i dag flere pasienter med lidelser som ikke følger et prognostisk, lineært forløp, og som karakteriseres av tilstander med behov for hjelp fra mange fagfelt samtidig. I denne virkeligheten er teknologi et nødvendig og godt redskap for å gi riktig og tilpasset hjelp, slik at mennesker med ulik grad av nedsatt funksjonsevne kan fungere mer selvstendig, i både hverdag og arbeidsliv. Dette er noe av bakteppet for det gode og svært viktige arbeidet som nå gjøres fra regjeringas side med velferdsteknologi, og som også er tema for dette representantforslaget. Hagen-utvalgets rapport Innovasjon i omsorg fra 2011 er et godt grunnlag for utviklingen av en moderne og nytenkende helse- og omsorgstjeneste. Utredninga har bidratt til inspirasjon og til at mange flere nå er opptatt av og nysgjerrig på velferdsteknologi. Det er bra! Dette har skapt en større vilje til å tenke nytt og ikke minst å gjøre ting på nye måter, og det er nettopp det vi trenger for å få til nødvendig omlegging av omsorgstjenestene, med større vekt på velferdsteknologi og rehabilitering, og for å få nye virkemidler i kommunalt innovasjonsarbeid. Vi vet at de fleste mennesker ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Derfor må vi bruke velferdsteknologi slik at vi kan tilby tjenester hjemme hos folk og gjøre brukerne bedre i stand til å mestre egen hverdag. Men det er svært viktig å huske at det fortsatt er folk som skal jobbe med folk. Personellet er den viktigste ressursen. Menneskene som er til stede, som gir omsorg og nærhet, kan Men teknologien kan endre og lette arbeidet for dem som jobber i omsorgsyrkene, sånn at det bidrar til en kvalitativt bedre tjeneste. Og vi må lytte til brukerne og pasientene. Det er i møtet mellom folk, hjelpeapparat og brukere at omsorgen skjer. Derfor blir deres opplevelse av møtet en viktig målestokk, også når vi skal innføre nye metoder og ny teknologi. Riktig bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet og til å klare seg på egen hånd lengst mulig i hverdagen. Nye typer velferdsteknologi, og spesielt sporings- og varslingsteknologi, reiser noen spørsmål som berører personvernet. Vi har tidligere her i Stortinget hatt en debatt om bruk av GPS for demente, en teknologi som kan bidra til større frihet både for den som er rammet, for de pårørende og for de ansatte. Lovverket har imidlertid hittil satt en stopper for bruk av slik teknologi. Derfor er det bra at departementet nå har sendt på høring et forslag til endring i loven som kan åpne for bruk av denne typen sporingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Velferdsteknologi bør utnyttes til beste

den varslede stortingsmeldinga som nettopp skal omhandle innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og som kommer i 2013. Jeg er glad for at vi har en regjering som viser handlekraft, og som har vilje til å søke nye løsninger og nye måter å jobbe på. Jeg viser for øvrig til de rød-grønne partienes merknader og anbefaler at Dokument 8:102 S

for å bringe Helse-Norge opp på en langt bedre teknologisk plattform enn den vi har i dag. Jeg oppfatter dessverre Norge litt som en sinke når det gjelder datakommunikasjon i helsevesenet, hvor faksmaskiner fortsatt kjøpes inn for å håndtere administrative rutiner, og hvor vi fortsatt opplever at pasientopplysninger må skrives ut for deretter å bli registrert manuelt inn i et annet er tidkrevende og ressurskrevende, og det åpner for flere feilkilder. Det er en helt feil bruk av ressurser og faktisk også en trussel mot pasientsikkerheten – det har vi sett flere ganger. På tilsvarende måte henger vi litt etter når det gjelder å ta i bruk velferdsteknologi, hvor Fremskrittspartiet mener at Norge har et stort uutnyttet potensial. Erfaringer fra andre land tilsier at velferdsteknologi kan bidra til å gi brukerne økt trygghet, mulighet til større sosial deltakelse og økt mobilitet. Komiteen har selv opplevd dette i Japan. I tillegg til å gi brukerne økt selvstendighet og trygghet kan det også bidra til å frigi ressurser hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, slik at disse kan utnyttes på en langt bedre måte enn i dag. Det siste er ikke minst viktig: Teknologi effektiviserer, men ikke minst kan det bidra til at flinke sykepleiere og annet helsepersonell orker å stå lenger i jobb i fremtiden. Utfordringen vi vil ha fremover, med knapphet på menneskelige ressurser i forhold til det behovet vi ser, tvinger oss til å være langt mer offensive enn det regjeringen har vært så langt. Fremskrittspartiet har i sitt forslag vist til den satsingen som bl.a. er gjort i Danmark, og vi mener det haster med å få på plass en strategi og et løft i Norge. Fremskrittspartiet er glad for at vi har fått en enstemmig komité med på å presisere det vi lenge har hevdet, nemlig at teknologi aldri kan erstatte menneskelig kontakt og omsorg, men det kan – og skal – være et viktig supplement. Fremskrittspartiet fremmet sitt forslag allerede 18. april i år, og vi har med vilje ønsket at komiteen skulle bruke god tid på å behandle saken for om mulig å få med oss hele Stortinget på disse forslagene. Selv om vi har en flertallsregjering som i liten grad vil la seg diktere av Stortinget, opplever vi at vårt forslag har fått noe til å skje, og det er vi veldig takknemlige for. Den 1. juni i år lanserte Helsedirektoratet en fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013–2030. Av hovedkonklusjonene ser vi bl.a. at det tas til Av hovedkonklusjonene ser vi bl.a. at det tas til orde for en klarere lovregulering for personer uten samtykkekompetanse, noe foregående taler også var innom. Det er flere etiske grunnprinsipper som utfordres ved implementering av velferdsteknologi knyttet til selvbestemmelsesrett og den private sfære, og det er faktisk også kommunene som har ansvaret for at tjenestene er Vi merker oss at direktoratet ønsker å ta inn i helse- og omsorgstjenestelovens § 3 den samme lovendringen som Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti tar til orde for i sitt forslag nr. 3, med hensyn til personer uten samtykkekompetanse som selv ikke motsetter seg bruk. Fremskrittspartiet har vært opptatt av alle de oppslag som har omhandlet leteaksjoner og dødsfall som kunne vært unngått om man i større grad hadde benyttet seg av sporings- og lokaliseringshjelpemidler. Det er vondt å tenke på den angsten og den fortvilelsen dette må ha utløst, både for de enkelte og ikke minst for alle dem som står vedkommende nær. Fremskrittspartiet konstaterer at dette er en sak som arbeiderpartirepresentanter fra denne sal har frontet i media, men hvor man stemmer imot når muligheten til gjennomføring ligger der, så der er alt dessverre som det pleier. Jeg tar med dette opp de forslag som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til, og som er referert i saken. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslag han refererte til. Høyre er

om at det må satses langt mer i Norge. Erfaringene viser at velferdsteknologi åpner nye muligheter for å gi mennesker med bistandsbehov eller pleiebehov et mer selvstendig liv. Det vil gi økt trygghet i hverdagen, større valgfrihet og økt livskvalitet. Høyre har både nasjonalt og i kommunene vært pådriver for å ta i bruk velferdsteknologi. Vi vedtok på vårt landsmøte i 2011 en rekke forslag om en mer offensiv politikk på dette området. området. Bærum kommune har bl.a. vært en foregangskommune og har utviklet en trygghetspakke til hjemmeboende eldre som brukerne er svært fornøyd med. De fleste ønsker jo å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig, også når behovet for ekstra omsorg og bistand melder seg, og den teknologiske utviklingen har gitt mange muligheter og løsninger som vil kunne skape større trygghet både for den enkelte og for pårørende. Vi vet at omsorgsoppgavene vil dobles i løpet av få år, og at det blir færre helsearbeidere til å utføre dem. Omsorgen blir stadig mer hjemmebasert, og vi tenker borte bra, men hjemme best. best. Det finnes i dag teknologi utover trygghetsalarmen som kan bidra til større selvhjulpenhet, trygghet og sikkerhet. Smarthusteknologien kan redusere fare for brann, og sensorer kan registrere bevegelser og forebygge fall. Dataskjermer kan hjelpe begynnende demente til å huske viktige gjøremål. Ved hjelp av enkle symboler og godt synlig tekst vises daglige gjøremål og beskjeder. beskjeder. For den enkelte som sliter med hukommelsen, er dette et hjelpemiddel som vil gi større grad av selvrespekt og selvhjulpenhet. Sporingsløsninger som GPS vil kunne gi både brukere og pårørende en langt større trygghet og sikkerhet i hverdagen. En kvinne som opplevde at hennes mann i 50-årene fikk alzheimer, sa det slik: Før vi skaffet oss GPS-utstyret, lette jeg etter ham dag og natt. Ved bruk av GPS-utstyr ble dagliglivet og livskvaliteten for oss begge betydelig bedre. Men det finnes opplagte etiske problemstillinger knyttet til velferdsteknologi, og det er derfor viktig å bruke tid på å vurdere grensene mellom trygghet og overvåking. Hensynet til personvernet skal ivaretas på en forsvarlig måte. Samarbeid med brukerne, pårørende, ansatte og myndigheter omkring disse etiske spørsmålene må stå sentralt, og et sentralt spørsmål er hvilke verdier som kan trues ved bruk av omsorgsteknologi, og hvilke verdier som kan trues av at man ikke benytter omsorgsteknologi. Denne problemstillingen mener jeg viser at behovet for etisk refleksjon er helt avgjørende for vår evne til å Omsorgsteknologi skal ikke erstatte menneskelig kontakt og omsorg. Den ivaretar ikke møtet mellom mennesker, og omsorgen blir uten ansikt og kan aldri bli en erstatning for det forholdet vi skal ha til de svakeste blant oss. Den kan skape ensomhet og fremmedgjøring, men også dempe opplevelsen av det samme. Teknologi kan oppleves som frigjørende, fremme mestring og selvstendighet, men også være krenkende og kontrollerende. Derfor er det behov for å styrke den etiske kompetansen blant fagfolk og politikere slik at etisk utfordrende situasjoner håndteres på en reflektert og god måte. Omsorgsteknologi i kombinasjon med menneskelig kontakt og omsorg kan være positiv. Men Høyre tar klart avstand fra en omsorgsteknologi som tas i bruk for å styrke lønnsomhet og effektivitet på bekostning av menneskelig verdighet og kontakt.

Når det gjelder forslag nr. 3, har statsråden varslet å sende et lovforslag ut på høring så raskt som mulig for å kunne ta i bruk sporings- og lokaliseringshjelpemidler. Vi velger derfor å støtte at forslaget vedlegges protokollen, selv om vi – som jeg sa – er positive til de forslag som Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har lagt fram. Representantforslaget handlar om å utvida bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Eg oppfattar at det er

og dei tiltaka dei føreslår òg på dette området, og eg ser fram til den varsla stortingsmeldinga som kjem. Det er òg grunnen til at vi ikkje stemmer for dei forslaga som er i denne saka. Eg har vore på besøk på Høgskolen i Bergen og sett på den teknologilaben som er der, om velferdsteknologiar. Det er veldig interessant. Det er mange gode prosjekt som er på gang. Vi var med komiteen til Forskingsrådet, der vi fekk opplyst at dei gjennom si satsing som blei kalla Flere aktive og sunne år – det var jo ei av fem prioriteringar frå Forskingsrådet i 2013 – gir 140 mill. kr til velferdsteknologi- og innovasjonsområdet. Pengane skal gå til samordning og auka finansieringa til til den forskinga som allereie går føre seg. Det har generelt vore lite forskingsaktivitet i primærhelsetenester, og derfor meiner eg at Forskingsrådet si satsing på dette området er veldig gledeleg. Vi har store utfordringar i helse- og omsorgssektoren, med fleire eldre som treng omsorgs- og helsetenester, og der vi samtidig har

og her vil velferdsteknologi kunna bidra. Nye teknologiske løysingar skal, som mange har vore inne på, ikkje erstatta helsepersonell eller pårørande sin innsats og omsorg, men det viktigaste med å satsa på ny velferdsteknologi er, slik eg ser det, først og fremst å gi brukarane og pårørande meir tryggleik og meir verdigheit i kvardagen sin. Det å mista sine funksjonar, det å bli avhengig av sine omgjevnader for å klara kvardagen, f.eks. ved begynnande demens eller på grunn av annan sjukdom, gjer først og fremst noko med Omsorgsteknologi kan bidra til å betra dette – gjera kvardagen betre og styrkja verdigheita. Sporingsteknologi har fleire vore inn på. Det er klart at det kan bety veldig mykje for alle dei med demens som er i ein såkalla vandrarperiode, og der òg pårørande kan få større ro for at gale ting ikkje vil kunna henda. Det er bra at det er sendt ut eit nytt lovforslag som gjer dette enklare. Eg vil til slutt seia endå meir om pårørande, som òg vil få god nytte av velferdsteknologi. Pårørande gjer ein stor innsats,

nemlig komfyr og kaffetrakter som slår seg av selv – eller sensorer som kan bli utløst når man faller på gulvet, og slik gjøre at hjelp kan komme mye fortere. Mye omtalt er også GPS-systemer, som kan fortelle hvor den enkelte befinner seg. GPS kan gi trygghet for at man vil bli funnet fort om man ikke finner veien hjem selv.

ikke underslå, som flere har vært inne på, at velferdsteknologi i noen grad kan være etisk betenkelig. Derfor mener Kristelig Folkeparti, i likhet med andre som har hatt ordet her, at det er nødvendig å fokusere på de etiske utfordringene som velferdsteknologien kan gi. Teknologien vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men den vil kunne gi mer trygghet for den som har behov for den. Den vil muligens også kunne bidra til Den vil muligens også kunne bidra til mindre press på omsorgsplasser, ved at man kan bo lenger hjemme, med enkelte hjelpemidler. Kanskje vi også vil kunne bedre rekrutteringen til omsorgsyrkene ved at statusen og kompetansen øker. Velferdsteknologien vil i alle fall kunne bidra til at pleiere får en lettere arbeidsdag. Slik får vi også bevart sårt kompetanse lenger i arbeidslivet. Vi har eksempler på at politiet flere ganger i året har ressurskrevende leteaksjoner som kanskje ville vært unødvendige eller lettere om den demente som var blitt borte, hadde hatt en GPS. Til sist: Hjelp til selvhjelp-teknologi er det viktigste

stadig flere av, først og fremst vil ha ett ønske i framtiden – å kunne bo hjemme lengst mulig. Derfor mener jeg det er prisverdig og bra at det på tvers av partigrensene er oppmerksomhet om behovet for å investere i velferds- og omsorgsteknologi. Jeg hadde en inspirerende opplevelse i et laboratorium som Høgskolen i Bergen har, der man kan få demonstrert ulike eksempler på den teknologien som allerede er utviklet og kan tas i bruk. Det ligger store muligheter der allerede, som det er et politisk ansvar å sørge for blir tatt i bruk, slik at det kan forbedre omsorgstjenestene våre. Samtidig er det også et politisk ansvar å bidra til at vi utvikler teknologi som kan gi flere muligheter i framtiden. Av og til er det ikke ekstremt kompliserte løsninger som skal til. Jeg hadde et interessant besøk hos hjemmesykepleien i Kristiansund tidligere i år. Der hadde de ved et veldig enkelt grep, nemlig utdeling av nettbrett til alle hjemmesykepleierne, greid å omforme det som hadde vært en veldig rigid måte å organisere deres arbeidshverdag på, der de stadig måtte tilbake til det som var sentralen for deres arbeid og taste inn ulike beskjeder til leger og andre. Nå kunne de gjøre det mens de var på veien. På den måten oppnådde de de to tingene som må være målet ved økt bruk av omsorgsteknologi og velferdsteknologi: mer tid og mer trygghet. Det er et stort potensial for begge. Derfor er jeg enig med representanten Dåvøy, som understreker at teknologien kommer jo ikke til menneskelig omsorg og nærhet, men kan i noen tilfeller faktisk gi mer av det hvis vi bruker den riktig. Regjeringen har en høy bevissthet på dette feltet. Det er varslet at dette skal bli et viktig tema framover. Det er vi fra SVs side veldig fornøyd med. Vi imøteser at vi skal få både økt oppmerksomhet og, ikke minst, økt bruk av de teknologiske mulighetene vi har, i omsorgstjenestene våre. Jeg føler dette er lite grann som å høre på de som spiller før den store konserten. Dette har vært et veldig bra oppvarmingsband for den stortingsmeldingen som regjeringen planlegger å legge fram til våren. Det er interessant å merke seg hvor samstemmige vi er i denne sal om bruk av teknologi som ikke skal være fremmedgjørende, men for mennesker, til mennesker og til menneskers nytte. Jeg finner grunn til igjen å berømme Hagen-utvalget og det arbeidet de nedla i NOU-en. Det er et veldig viktig dokument, føler jeg, i denne stortingsperioden, med innspill utenfra, fra kreative og innsiktsfulle mennesker som setter oss på sporet av en god og moderne fremtidig eldreomsorg. I en debatt jeg var nylig, kom spørsmålet fram: Er det riktig å gå bort fra ordet «eldreomsorg» som det treffende begrepet? Det vi ser i befolkningen, er at alle som trenger omsorg, bør ha omsorg, uansett alder. alder. Noen av de gruppene vi diskuterte tidligere i dag, er ikke typisk eldre, mens eldre som gruppe er like mangfoldig som alle andre grupper i samfunnet vårt. De trenger tjenester som kan gjøre det mulig å leve et mangfoldig og variert liv. Trygg alderdom er en veldig viktig dimensjon i det. NOU-en fra Hagen-utvalget har vært på høring. I høringen har perspektivene og forslagene fått bred oppslutning. Det bekrefter også debatten her i dag. Men på enkelte områder er det betydelig utålmodighet. Det synes jeg er positivt. Det gjelder særlig spørsmålet om omlegging av omsorgstjenestene, med større vekt på velferdsteknologi og rehabilitering, og behovet for nye virkemidler i kommunalt innovasjonsarbeid. Derfor ba departementet Helsedirektoratet om å utarbeide et faglig grunnlag og et praktisk opplegg for implementering av velferdsteknologi. Denne rapporten tror jeg mange kjenner. Den kom i juni. Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, dra nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Sektoren er teknologilav, og den er forskningslav. Begge deler bør vi gjøre noe med. Undesøkelser viser, som det er sagt, at mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, selv når det er behov for omsorgstjenester. Det kan tenkes at utviklingen av velferdsteknologien framover vil skape bedre forutsetninger for å utvikle hjemmebaserte tjenester og gjøre brukerne mer uavhengige av hjelpeapparatet. Personellet er og blir den viktigste ressursen i omsorgstjenesten. Det har vi også snakket om i salen i dag. Nesten all undersøkelse består av menneskelig innsats. men kan bidra til å frigjøre ressurser, som det er påpekt av flere. Det kan også bidra til å gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet og til å klare seg på egen hånd. Bruk av sporings- og varslingsteknologi, som flere har vært inne på, reiser en rekke etiske og personvernmessige spørsmål. De kan vi løse. De kan vi ha et verdigrunnlag for, for å finne kloke løsninger. Utviklingen innen sporingsteknologi, f.eks. med hjelp av GPS, som er nevnt av flere, gjør at mennesker som ikke så lett kan orientere seg ute, kan bevege seg mer fritt. Det betyr trygghet, og det er også viktig for den enkeltes sikkerhet. Derfor har departementet tidlig i oktober sendt på høring et forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, der det foreslås en lovhjemmel som gir helse- og omsorgstjenesten adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenester, til myndige pasienter og brukere som mangler samtykkekompetanse.

Jeg opplever at det er en tverrpolitisk enighet her på Stortinget og i regjeringen om at velferdsteknologi byr på store muligheter for økt livskvalitet og forbedret ressursutnyttelse. Vi vil følge opp NoU-en med en egen stortingsmelding, som vil trekke opp perspektivene og utforme en politikk med nye løsninger for omsorgsfeltet fram mot 2025, det vil si perioden da vi vil merke de store demografiske utfordringene, med langt flere eldre som trenger hjelp. Denne meldingen skal legge grunnlaget for fornyelse gjennom kommunalt innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet. Den skal drøfte muligheter og løsninger på fremtidens omsorgsutfordringer, med vekt på teknologi, boformer, eier- og driftsformer, forskning og utvikling. Velferdsteknologi vil således være et sentralt tema i stortingsmeldingen. Og etter oppvarmingen her ser jeg fram til å kunne sende denne meldingen til Stortinget og avvente en god behandling av og diskusjon

Det er nå på høy tid å legge bort bekymringene for at det skal bli mange eldre, og i stedet sørge for å ta i bruk mulighetene som allerede finnes. Jeg snakker da om velferdsteknologi som vil gi folk mer verdighet og en mer selvstendig og tryggere hverdag. Folk flest ønsker å bo i eget hjem og ha frihet til å være aktive og selvhjulpne, noe som i større grad er mulig hvis teknologisk assistanse og hjelpemidler blir tatt i bruk. GPS-teknologi kan gi eldre mennesker større frihet og motivere til trygg fysisk aktivitet. Andre eksempler er smarthusteknologi, som jeg så eksempel på under et studiebesøk i Skottland for fire år siden. Det finnes kroppsbårne sensorer, og det er nå utviklet nattkjole med airbag som demper støt ved fall. Det er også utviklet gulvbelegg, og forsøk viser at man kan slippe ned egg uten at de knuses, med andre ord støtdempende belegg som forebygger bruddskader. Hos Nokia i Finland fikk jeg se en gelepad som kan legges på armen, og som kan sende informasjon til lege eller til kommunikasjonsenheter mellom bolig og vaktsentraler for å følge sykdomsutviklingen. Det gir trygghet. Interessen for velferdsteknologi er økende, men når det kommer til handling, har det ikke skjedd så mye de siste årene som man burde kunne forvente av et land med de mulighetene vi har. de mulighetene vi har. De fleste kommuner har ikke skjønt mulighetene som ligger i å ta i bruk velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene. De mangler faktisk oversikt over hva som finnes, og det er stor usikkerhet om hva de skal satse på. Da er det tryggest å gå videre med gamle, kjente løsninger. Med andre ord: Det skjer altfor lite. Det kan bety at det er behov for mer statlig og helhetlig implementering av nye løsninger, ikke minst av hensyn til brukerne. Ny teknologi kan endre tjenestene som tilbys, og organiseringen av dem, men vel så viktig er at det vil endre hverdagen til alle dem som får mulighet til få en tryggere og mer selvstendig hverdag. Velferdstjenestene må utvikles slik at de så viktig er at det vil endre hverdagen til alle dem som får mulighet til få en tryggere og mer selvstendig hverdag. Velferdstjenestene må utvikles slik at de hjelpetrengende på best mulig måte blir selvhjulpne, kombinert med god bistand fra helsetjenesten. Den sosiale og psykiske delen av tjenestene må ivaretas på en god måte. Fremtidens tjenester kan ikke baseres på fortidens løsninger. Hopp på toget, det holder ikke med

Det er viktig at ein tek initiativ frå sentralt hald bl.a. fordi vi har veldig mange små kommunar, 429 kommunar, som har ulike føresetnader for å ta i bruk velferdsteknologi på eiga hand. Derfor er det viktig at ein får rettleiing og informasjon frå statlege aktørar, slik at ein kan få implementert dette så fort som mogleg. Dette er sjølvsagt viktig for å gi pleietrengande ein betre kvardag. Eg registrerer at fleire er veldig fornøgde. Representanten Audun Lysbakken var veldig fornøgd med at dette skulle bli eit satsingsområde framover. Ein viser til denne stortingsmeldinga som vi har venta på lenge. Eg synest at det for så vidt er positivt at ein varslar ei stortingsmelding, men regjeringa har no sete i over sju år. Vi burde kunne forvente at det hadde skjedd meir enn det som faktisk har skjedd. No er det på tide med handling. Helseministeren snakka om at dette var eit bra oppvarmingsband. Det må jo bety at vi framleis ventar på hovudbandet. Som sagt har vi venta i sju år på dette hovudbandet, eller at det skal skje noko på dette området. Framstegspartiet meiner at no er det nok prat, no er det nok meldingar. No må vi ha handling på dette området. Derfor har vi fremma tre konkrete forslag. Eg registrerer at det er fleire som

Men om ein er einig i at ein skal kunne ta i bruk sporingsteknologi, slik Framstegspartiet har foreslått, synest eg at ein bør gi uttrykk for det ved å stemme for forslaget. Innføring av utstrakt bruk av sporingsteknologi vil gi betre og tryggare kvardag for mange som dessverre ikkje greier å ta vare på seg

altså om snaue 13 år – og det kommer de nok ikke til å gjøre. Når vi så kommer til 2035, må hver tredje velge å arbeide innen helse. Med dette som bakgrunn blir det stadig viktigere å ta i bruk velferdsteknologi i helsesektoren. Vi må bare erkjenne at velferdsteknologi i altfor i Norge. Erfaringene som er gjort i flere andre land, tilsier at Norge har et stort uutnyttet potensial på dette området. Det arbeides med – og utprøves – en del pilotprosjekter rundt omkring, men politikkutformingen på feltet har vært preget av at veien blir til mens man går.

både for nye helsearbeidere og ikke minst for dem som allerede er i sektoren. Dersom dette ikke følges opp, er det fare for at det blir lite – eller ikke noe – utbytte av å investere i velferdsteknologi. KS har sett betydningen av dette, og sier at de vil arbeide for at opplæring i bruk av elektronisk verktøy blir en naturlig del av utdanningen for helse- og Fremskrittspartiet mener at innføring av velferdsteknologi vil sikre valgfrihet og verdighet i omsorgen. Selv om regjeringspartiene ikke støtter forslagene i dag, forventer Fremskrittspartiet at en helhetlig sak om velferdsteknologi i helsesektoren får høy prioritet, og at det samtidig tas nødvendige grep innen helseutdanningen. Flere har ikke bedt om ordet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

De utfordringene som adresseres i det representantforslaget vi her diskuterer, er ganske godt i tråd med analysene av behov for legetjenester som Samhandlingsreformen bygger på. Reformen beskriver tiltakene som skal bidra til en bedre og mer robust kommunal helse- og omsorgstjeneste. Regjeringa har allerede iverksatt mange tiltak for å styrke fastlegeordninga, herunder en tilskuddsordning for kommunene som utgjør 100 mill. kr i 2013, til økt rekruttering i allmennlegetjenesten – altså et av punktene som dette Dokument 8-forslaget tar til orde for. Dette er viktig for å øke rekrutteringa av leger til kommunehelsetjenesten. Andre viktige tiltak er knyttet til den nye fastlegeforskriften, som trer i Den har bl.a. som mål å sikre likeverdige allmennlegetjenester over hele landet og tydeliggjøre at fastlegeordninga skal være en viktig del av det kommunale helseapparatet. Samhandling mellom leger og andre aktører i primærhelsetjenesten i møte med pasientene blir understreket i forskriften. Andre viktige momenter for å styrke primærhelsetjenesten er mer og bedre forskning på allmennlegetjenester, bedre mer forebygging og bedre tilgjengelighet. Også større ansvar for å gjennomføre hjemmebesøk når det er nødvendig, hører til fastlegenes forpliktelser i henhold til den reviderte forskriften. Til sammen er dette gode tiltak for å styrke primærhelsetjenesten. Det vil i årene som kommer være viktig å ha en god IKT-struktur i hele helsevesenet, også Denne regjeringa har for alvor tatt tak i de utfordringene vi ser på dette feltet, og legger i disse dager fram en stortingsmelding om IKT og eHelse. Men allerede er det gode prosjekter i gang med satsing på IKT, helt eller delvis finansiert av statlige midler. Her vil jeg spesielt nevne FUNNKe-prosjektet i region nord, i regi av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin et prosjekt med ambisjon om å gjennomføre en fullskala implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgssektoren, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i hele Nord-Norge. FUNNKe skal bistå kommunene med en samordnet tilknytning til Norsk Helsenett, oppsett og drift av kommunikasjonsløsninger og bruk av elektronisk meldingsutveksling. Prosjektet er godt i gang og vil i inneværende år omfatte 15 samarbeidskommuner i alle de tre nordnorske fylkene – og flere vil følge i kommende år. Kommunene kan søke spesifikt om tilskudd for å komme i gang. Så litt om legevakt. Regjeringa har tatt tak i de utfordringene som legevakten har, og har satt i gang et arbeid for å se på både innhold og organisering. Vi har en forsvarlig legevakttjeneste i Norge, men vi må se på hvordan den kan forbedres. Det vil også i framtida være opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan tjenesten best organiseres. I mange deler av landet har man fått bedre legevakttjenester ved at kommuner samarbeider – andre steder er avstander, antall mennesker i kommunen og tilgangen på fagfolk slik at man er best tjent med å ha egen legevakt i kommunen.

Men mange som fyller 55 år, vil faktisk fortsette med legevakt, og kommunene bør legge forholdene til rette slik at flere i denne gruppen kan ha legevakt. Særlig vil dette være viktig i kommuner og regioner der man har et flertall av leger i nettopp denne aldersgruppen. 100 mill. kr i budsjettet for 2013 vil i tillegg helt klart kunne bidra til å rekruttere flere fastleger, noe som innebærer at det blir flere som kan ha legevakt.

en rekke krav som det i praksis kunne bli umulig å innfri. Man kan undre seg over denne tilnærmingen fra regjeringens side, men en nærliggende årsak kan være å se dette i lys av den generelle holdningen regjeringen har vist til private aktører i det norske helsevesenet. Fastlegene er som kjent i hovedsak selvstendig næringsdrivende med avtale med det offentlige. Regjeringens forslag skapte, naturlig nok, nærmest et opprør blant fastlegene, og regjeringen ble vel egentlig noe som førte til at Legeforeningen etter hvert kunne godta den nye forskriften som skal tre i kraft fra l. januar neste år. Regjeringens håndtering av denne saken er et skoleeksempel på hvordan det går når en ikke ønsker å drive samhandling. Det leder meg over til nettopp Samhandlingsreformen, hvor fastlegene er tiltenkt rollen som navet i hele reformen. Det er derfor viktig å legge til rette for at vi kan rekruttere og beholde medisinskfaglig kompetanse til fastlegeoppgavene. Representantforslaget vi behandler i dag, inneholder en rekke viktige tiltak som det er nødvendig å få på plass for å styrke og forbedre fastlegetjenesten og sikre kvaliteten i vesentlige deler av primærhelsetjenesten. Legetjenesten ved norske sykehjem er altfor dårlig. Pasienter medisineres uten forutgående forsvarlig diagnostisering og med manglende medisinskfaglig oppfølging på grunn av for lav legedekning. Selv om regjeringens mål for legedekning på sykehjem bare er halvparten av det målet Fremskrittspartiet har foreslått, har regjeringen problemer med å nå sitt eget mål, noe som rammer pasientene. Fremskrittspartiet mener regjeringens passive tilnærming setter Samhandlingsreformen i fare, og at den manglende kapasiteten hos fastlegene fører til problemer med å sikre kvaliteten i hele helsetjenesten. IKT er også her en nøkkelfaktor. Det må et nasjonalt løft til for å få helsesektoren opp på en tilfredsstillende plattform, slik at det kan utveksles nødvendige helsedata på tvers av forvaltningsnivå og mellom ulike aktører i de tverrfaglige helsemiljøene, slik at pasientene får best mulig behandling på rett sted og til rett tid, samtidig som personvern blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. I dag er det altfor mange ulike løsninger i helsevesenet, og vi mener at staten må stille midler til disposisjon for å få alle de ulike aktørene opp på en felles plattform. Derfor fremmer vi et forslag i statsbudsjettet om å etablere et IKT-fond på 10 mrd. kr. Vi mener som sagt at regjeringens tilnærming er for passiv, og jeg fremmer derfor Fremskrittspartiets forslag nr. 18 og de forslag i saken der Fremskrittspartiet er medforslagsstiller. Da har representanten tatt opp de forslag hun refererte til. Det er

i seg noe av det. Forslaget har også som bakteppe at regjeringen hadde sendt på høring et utkast til ny fastlegeforskrift som etter vår oppfatning ikke ville bedret forholdene, men tvert imot forverret situasjonen. Heldigvis har en gjort endringer som er mye mer i tråd med de anbefalingene en fikk fra Helsedirektoratet – og som en i første omgang hadde sett forbi – og også med de tilbakemeldingene en fikk fra Helsedirektoratet – og som en i første omgang hadde sett forbi – og også med de tilbakemeldingene en fikk fra Legeforeningen og KS. Det at en har revidert forskriften, vil allikevel ikke innebære at den forskriften som nå blir gjeldende, vil løse de utfordringene en står overfor. Når det gjelder fastleger, er en i den situasjonen at en av tre er over 55 år. Vi vet at dette er en yrkesgruppe som ofte ønsker, og som har økonomi til, å pensjonere seg tidlig. Det betyr at vi står overfor en formidabel rekrutteringsutfordring når dette ses i sammenheng med at oppgavene blir større. Derfor er det behov for å møte dette med ulike strategier. Det er ikke mulig å gå igjennom alle forslagene som Høyre og de andre opposisjonspartiene tar opp, men en kan se at forslagene svarer til tre hovedutfordringer. Den første er spørsmålet om rekruttering: det å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt, å gjøre det faglig utfordrende og spennende – i form av moderne IKT-løsninger, men også ved at en forsker mer i, og forsker mer i, og ikke bare på, primærhelsetjenesten – og også heve kravene til å jobbe som fastlege. Derfor mener vi det vil være riktig å stille krav om at de som skal bli fastleger i framtiden, skal inngå i en spesialisering i allmennmedisin. Det vil heve interessen for å jobbe som fastlege – det vil heve attraktiviteten ved det – og ikke minst vil det heve kvaliteten for pasientene. Det vil også innebære en del andre fordeler, som at alle da vil delta i smågrupper som gir mulighet til f.eks. å få bedre felles praksis når det gjelder innskrivning – som ett eksempel – eller sykemelding, som et annet eksempel. Så er det nødvendig å se at fastlegen har behov for flere kolleger – ikke bare kolleger som er leger, men også kolleger som har annen helsefaglig kompetanse, f.eks. psykologer og sykepleiere. Der er det selvfølgelig fritt fram – alle kan organisere dette som de vil lokalt – men det er en del systemhindringer, spesielt knyttet til refusjonsordningene. Det er et stort paradoks at hvis en som pasient er så syk at en må få polikliniske tjenester på et sykehus, får sykehuset refusjon hvis en møter en spesialsykepleier, men er en litt friskere, sånn at en kan gå til til sitt lokale fastlegekontor og møte en sykepleier der, får en ikke refusjon før en har sett legen i øynene – totalt ulogisk. Ganske små endringer på det området tror jeg ville satt i gang en fantastisk positiv utvikling for å få fastlegekontor der en også har andre helsepersonellgrupper som ville løst mange av folks på en god måte, uten at de nødvendigvis hadde hatt behov for å se legen. Fastleger jeg har vært i kontakt med, hevder sågar at så mye som 30–40 pst. av det de gjør i løpet av en dag, kunne like godt en sykepleier ha gjort. Det viser også erfaringen fra Danmark, der en hadde nasjonale mål for utvikling av hvor mange fastleger en hadde behov for. Etter at en åpnet opp for å ta i bruk sykepleiernes kompetanse, så en at det ikke var behov for så mange. Legene og kommunene ble enige om en løste flere oppgaver ved å bruke andre. Jeg håper at helseministeren og regjeringen tar med seg en del av de ideene som fremmes i dette forslaget. Det er behov for en kvalitetsutvikling på området, ikke minst knyttet til legevaktordningen, som vi også tar opp. Det er en del av tjenesten som ikke har fått den oppmerksomheten den har behov for for å heve kvaliteten. tar opp de forslagene som Høyre er med på å fremme i saken. Da skulle de forslag som ikke tidligere er tatt opp, være tatt opp, i tråd med det representanten selv nevnte. Eg er

Vi har erkjent at mange pasientar blir behandla på eit for høgt nivå, og at kommunehelsetenesta kan behandla fleire med betre resultat. Med Samhandlingsreforma var det òg ein intensjon om at legar i kommunane skulle klara å nå pasientgrupper som ikkje sjølve oppsøkte helsevesenet, og spesielt gjeld dette eldre menneske og pasientar med rusproblem og psykiske Eg merkar meg at undersøkingar etter at fastlegereforma blei innført, viser at små kommunar faktisk klarar dette i betre grad enn dei aller største. Ei målsetjing med Samhandlingsreforma er å redusera unødvendige sjukehusinnleggingar. Her er fastlegen generelt, og legevaktlegen spesielt, ein nøkkelperson – dei er døropnarar for spesialisthelsetenesta. Tilvisingpraksisen ser vi er svært ulik. Det å satsa på auka kompetanse i allmennlegetenesta og i legevaktsordninga er grunnleggande for å få Samhandlingsreforma til å fungera etter intensjonen. At ein så stor del av legar i allmennlegetenesta er over 55 år, Eg høyrer at ein av tre fastlegar ifølge Helsedirektoratet er over 55 år. Eg forstår Høgre sitt forslag om å ta vekk dette punktet i legevaktsforskrifta, men eg trur heller ikkje løysinga er så enkel – det er meir samansett. Hovudproblemet er jo at rekrutteringa er for svak. Vi må gjera det meir attraktivt å køyra legevakt. Mange av førespurnadene kan venta til neste dag. Eg trur det er masse ein kan gjera lokalt, slik at belastninga blir redusert. Å køyra nattarbeid etter vanleg arbeidsdag og gå på jobb neste dag, er hardt både psykisk og fysisk, så å tvinga folk til det er ikkje nødvendigvis noko som fremmar kvalitet. Eg er òg einig med Høgre i at om vi skal lykkast betre med å få så å tvinga folk til det er ikkje nødvendigvis noko som fremmar kvalitet. Eg er òg einig med Høgre i at om vi skal lykkast betre med å få nok legar i primærhelsetenesta, må vi få dei nyutdanna legane til å søka seg inn. I dag veit vi at studentane er meir vane til spesialisthelsetenesta. Det er der dei studerer – på universitetsklinikkane – og dei får tildelt praksisveker i kommunehelsetenesta. I vår vedtok Stortinget ei stortingsmelding om utdanning for velferdstenestene, som no skal skje. Vi må òg gjera det tryggare for nyutdanna legar å ta stilling i kommunane. Eg er einig i det som blir beskrive, at i dagens system er det ei heilt anna økonomisk og fagleg sikkerheit og tryggleik forbunde med spesialisering i spesialisthelsetenesta enn i kommunehelsetenesta. Eg vil òg påpeika at det er nokre område spesielt innan kommunehelsetenesta som det er viktig å styrka, gjeld sjukeheimar. Det har vore ei styrking, men ho må bli enda større. Vi må gjera det attraktivt for legar å bli sjukeheimslegar. Då vil eg nemna at det set som vilkår at arbeid på sjukeheimar blir rekna som spesialisering. Det er mange forskjellige forslag i Det er mange forskjellige forslag i dette representantforslaget, og intensjonen er god. Eg viser til statsrådens brev, og vi tar med dette i det vidare arbeidet, men mange av tiltaka allereie er godt i gang, f.eks. med å styrka fastlegeordninga i årets budsjett. Det er varsla gjennomgang av akuttmedisinforskrifter med omsyn til å styrka legevaktsordninga, og det er bestemt at det skal vera krav til bakvakt der ein lege har vakt Så vil eg visa til ein interpellasjon vi hadde før i dag om psykisk helse, der det var nokon som sa at det er ikkje alltid det er psykologen som er svaret, det kan òg vera legen. I denne saka er det omvendt – det er ikkje alltid det er legen som er svaret, det kan vera psykologen. psykologen. Så er det bra at Stortinget set fokus på legane og rekrutteringa, men eg er, for å vera heit ærleg, mykje meir bekymra for ei anna yrkesgruppe i helsevesenet – helsefagarbeidarane. Det er stor mangel – vi manglar mellom 30 000 og 50 000, og til forskjell frå legane, er det ikkje ungdom som søker seg inn i yrket.

Vi får jo ikke minst stadig flere eldre blant befolkningen her i landet, og dette vil stille enda større krav til fastlegene enn tidligere. Men samtidig må vi tenke tverrfaglig når det gjelder forebygging. Andre helsepersonellgrupper er òg viktige, og et godt samarbeid med fastlegene er helt nødvendig. Jeg tenker f.eks. på ergoterapeuter og fysioterapeuter, for å nevne noen, som er helt avgjørende for pasienter i risikosonen, eller for den del i en tidlig fase og oppfølgingsfasen av en sykdom. Kvalitet i førstelinjetjenesten er viktig. Ordningen med praksiskonsulenter, for å nevne ett av forslagene her, der fastleger hospiterer ved sykehus, kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten. Det vil også være en arena for praktisk læring, og gir fastlegene et verdifullt avbrekk fra deres vanlige kliniske praksis. Praksiskonsulentordningen vil kunne vise seg nyttig i forbindelse med Samhandlingsreformen. En fastlege har ikke det samme fagmiljøet rundt seg som sykehuslegene. Derfor tror vi det kan være verdifullt med obligatoriske kollegagrupper, ikke bare første gang man skal bli spesialist innen men kanskje også senere. Faglig og personlig refleksjon kan være nyttig for alle fastleger. Kristelig Folkeparti støtter de aller fleste forslagene fra Høyre i denne saken. Vi tror faktisk at forslagene vil bidra til å gi befolkningen bedre både fastlegetjeneste og kommunehelsetjeneste i landet vårt fremover. La meg begynne med å si at det utfordringsbildet Høyre trekker opp i sitt forslag, er

Regjeringen ønsker at fastlegene blir sterkere integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er riktig som representanten Dåvøy sier: Samhandlingsreformen endrer rollen. Men egentlig forsterker fastlegene den fordi de er, som representanten sier, ofte det første møtet med helsetjenesten. Det er behov for å få allmennmedisinsk kompetanse sterkere inn i systemutviklingen av helsetjenesten. Det er også et mål at flere av fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Dette er en utfordring Fastlegeforskriften er ett av flere virkemidler for å styrke fastlegeordningen. Som svar til Høie vil jeg si: Nei, forskriften alene vil ikke løse denne utfordringen, men forskriften er et viktig bidrag til å nå målene i Samhandlingsreformen. Vi må vurdere ytterligere juridiske, utdanningsmessige, finansielle og andre virkemidler. Kanskje bør vi ha ulike piloter som prøver ut ordninger som kan stimulere den utviklingen vi ønsker. Men uansett hvordan vi gjør det, vil det kreve ressurser i årene som kommer. Regjeringen og Høyre, og jeg tror mange i denne sal, er også helt på linje når det gjelder behovet for flere fastleger, tiltak for å få mer tverrfaglighet, teamarbeid og bedre utnyttelse av annet helsepersonells kompetanse, mer og bedre forskning på allmennlegetjenester og bedre IKT-løsninger. Høyre foreslår mange tiltak som isolert sett fremstår som gode, men forslaget mangler en diskusjon av den samlede effekten av de mange tiltakene, samt en prioritering av hva som er viktigst først. Men jeg tolker det i beste mening og tar det med i vårt videre arbeid med denne saken. Samhandlingsreformen er en retningsreform. Vi har iverksatt flere virkemidler og tiltak som skal bidra til at utviklingen går i riktig retning. Før jul legger vi fram to stortingsmeldinger. I morgen kommer det en om IKT i helsesektoren, og en uke senere en om kvalitet og pasientsikkerhet. Begge er viktige for å tydeliggjøre reformens innhold. Til våren kommer vi med to nye meldinger som vi har omtalt tidligere i dag, nemlig en om innovasjon i omsorg og en om tverrsektorielt folkehelsearbeid. Vi arbeider ytterligere for å videreutvikle allmennlegetjenesten – både fastlegeordningen og legevakten. Vi har styrket fastlegeordningen med 50 mill. kr i 2012 ved et rekrutteringstilskudd, og vi styrker den med ytterligere 50 mill. kr til økt aktivitet og rekruttering i 2013. Vi holder også på å bygge opp øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene. Det er en del av Samhandlingsreformen som skal være på plass i alle kommuner fra den 1. januar 2016. Mange kommuner er allerede i gang, og det skal overføres 1 mrd. kr fra sykehus til kommuner over fire år, fra 2012 til 2016. Virkemidlene i reformen skal bidra til bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse i kommunene. Kommunene har fått økt frihet til å organisere tjenestene etter lokale behov. behov. Dette mener jeg har vært en rød tråd i debatten denne ettermiddagen – lokale behov må være viktige, og også hvilken profesjon og yrkesgruppe som best løser utfordringen. Det er ikke gitt at det er den som normalt har gjort det, som er best stilt til å gjøre det videre. Både den profesjonsnøytrale helse- og omsorgstjenesteloven og den tverrsektorielle folkehelseloven legger til rette for dette. Kommunene har fått tydeligere ansvar for helheten i tilbudet gjennom medfinansieringsansvaret. Det skal stimulere til mer forebygging og utvikling av egne tjenester, slik at behovet for innleggelser i sykehus kan reduseres. Kommunenes overordnede sørge-for-ansvar er tydeliggjort i den reviderte fastlegeforskriften som trer i kraft fra nyttår. Det er spesielt to utfordringer knyttet til fremtidige behov for kompetanse. For det første at vi trenger mer og annen kompetanse inn i kommunenes tjeneste fordi en større andel av tjenestene skal ytes nettopp der, i kommunene, nær der vi bor. For det andre må vi utvikle nye modeller for organisering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å få bedre kvalitet og mer kostnadseffektive tjenester. Nesten all undersøkelse, behandling, rehabilitering og omsorg i kommunene krever menneskelig innsats. Derfor er personellet den grunnleggende ressursen. Skal vi lykkes, er vi nødt til å få et større innslag av tverrfaglig samarbeid, spesielt knyttet til oppfølging av kronikere i kommunene. Kommunene må sikre at fastlegene får flere faggrupper å samarbeide med, og departementet vil utrede hvordan kommunene kan støttes ytterligere med å sikre tverrfaglighet i personalet. I forslaget til budsjett for 2013 har vi foreslått en vesentlig styrking av satsingen på flere psykologer. Flere psykologer i kommunene vil være vesentlig for å forebygge psykisk sykdom og styrke oppfølgingen av psykisk syke. Sykepleiere vil være en helt sentral gruppe, både i oppfølgingen av kronikere, som pasienter med diabetes og KOLS, knyttet til pasientopplæring og annet forebyggende Når vi skal utvikle modeller for en bedre tverrfaglig og integrert kommunal helse- og omsorgstjeneste, er det nyttig å lære av andre land som har erfaring og forskning på slikt arbeid. Vi må finne en vei som passer til våre utfordringer og vårt system. Fremfor alt er det viktig at vi i vår reformiver ikke river ned det som fungerer bra i dag, men forsøker å søke de beste løsningene

hvordan vil statsråden sikre at kvaliteten ved norske legevakter kan opprettholdes etter nyttår, når en rekke av de mest erfarne legene får mulighet til å reservere seg mot legevakten? Det må gjøres langs flere linjer. Det er et kommunalt ansvar å organisere legevakten, men jeg har fokus på det som vi kan kalle prehospitale tjenester. Det er veldig viktige ledd i det totale helsevesenet.

Jeg tror vi vil oppleve at det er en del leger som velger å gå av ved pensjonsalder, men det er også mange som fortsetter å stå i arbeid. Nå er ikke dette pensjonsalder, men det er rettet akkurat mot legevaktsordningen. Dette er spørsmål vi må ha dialog med Legeforeningen og fastlegene om. Men vi må ta en helhetlig tilnærming for å sørge for at dette kommunale tilbudet er utrustet både kompetansemessig og med nødvendig personell. Med bakgrunn i at denne forskriften ikke er

står og faller ikke på akkurat dette. Det er ikke noe som kommer til å inntreffe, tror jeg, fra første dag i 2013, så jeg tror ikke jeg kommer til å foreslå endringer i de 30 dagene som gjenstår til 1. januar. Jeg tror at dette fenomenet illustrerer viktigheten av erfaring og kompetanse i legevakttjenesten. Erfaringen viser at ved de legevaktene som har erfarne leger, er det færre innleggelser, ikke fordi tilstanden er mindre alvorlig, Er det mindre kompetanse, tyr man lettere til innleggelser, og da blir det egentlig komplikasjoner for alle hvis det er unødvendig. Dette er et tema vi må ha oppmerksomhet om. Jeg ser ikke bort fra at vi kan komme i en situasjon hvor vi vil evaluere dette som en del av den helheten som handler om adgang til allmennlege generelt i primærhelsetjenesten, men spesielt inn mot

med profesjonsnøytralitet i sitt innlegg. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen sa regjeringen også at hvis det blir behov for det, vil man lage forskrifter knyttet til kravet om profesjon. Det var mange som protesterte på at dette ikke var en klok vei å gå.

sin funksjon. Jeg har ikke i dag på stående fot antallet fastleger. Jeg tror det var et grovt anslag fra statsråd Hanssen den gangen. Jeg merker meg med interesse at det er stor søknad til medisinstudiet. Jeg tror at omtrent nå passerer de som utdanner seg i utlandet dem som utdanner seg hjemme, så kapasiteten er stor. Jeg tror at når det gjelder lege per innbygger i Norge, er vi i ferd med å innta en ganske høy plassering, hvis jeg ikke tar feil. Utfordringen her er allmennlegen og spesialisering innenfor allmennmedisin. Det merker jeg når jeg besøker fastlegekontorer, både mitt eget og andres, at det er en utfordring. Jeg varsler bare her i dag at vi har oppmerksomhet om det og tar det på alvor. Det er en stor utfordring for helsevesenet vårt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Vi er da klare til å gå til votering. Under debatten har representanten Trine Skei Grande satt fram et forslag på

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt 16 forslag. Det er forslagene nr. 1–10, fra Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 11, fra Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

18 forslag. Det er forslagene nr. 1–11, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 12–16, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 18, fra Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 17, fra Bent Høie på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti Det voteres over forslag nr. 17, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen gjøre det obligatorisk at alle fastleger deltar i kollegagrupper med fastleger i egen og eventuelt nærliggende kommuner.» Det voteres